Stortinget tar nå pause, og i samsvar med den annonserte dagsordenen vil det bli votering kl. 15. Stortinget er da klar til å gå til votering over sakene nr. 1–6 på dagens kart. Sak nr. 1 er tredje gangs behandling av lovsak og gjelder lovanmerkning 2 jf. lovvedtak 6 med den vedtatte anmerkning i Stortingets møte 23. oktober 2020. Det voteres dermed over lovvedtaket med den vedtatte anmerkning fra andre gangs behandling. Stortingets møte 23. oktober 2020. Det voteres dermed over lovvedtaket med den vedtatte anmerkning fra andre gangs behandling. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved tredje gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Under debatten er det satt fram i alt seks forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Per-Willy Amundsen på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 3–6, fra Petter Eide på vegne av Sosialistisk Venstreparti Tilrådingens bokstav B

fra Elise Bjørnebekk-Waagen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 10–16, fra Elise Bjørnebekk-Waagen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 17 og 18, fra Elise Bjørnebekk-Waagen på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 19 og 20, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 21–23, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 24–26, fra Solfrid Lerbrekk på vegne av Sosialistisk Venstreparti Det voteres over forslagene nr. 24–26, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslag nr. 24 lyder: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovfestet rett til

Det voteres

Møtet er hevet.